og har på Stortinget tidligere fremmet forslag om å fjerne hele eiendomsskatteloven. Kommunal eiendomsskatt er urimelig fordi man betaler like mye eiendomsskatt uansett hvor mye gjeld man har på bolig. Ungdom og barnefamilier med eksempelvis 85 pst. belåning betaler like mye eiendomsskatt som dem som har fått nedbetalt sine huslån. En del minstepensjonister sitter på til dels store eiendommer som har steget enormt i verdi de siste 20 årene. Eiendomsskatten gir disse minstepensjonistene store utfordringer med å klare å betale mer i skatt enn hva de faktisk har råd til. Eiendomsskatten er og blir en dobbel beskatning, fordi pengene man har investert i bolig, allerede er beskattet. Det var en stor rød-grønn økning i antall kommuner med eiendomsskatt. Fra 2007 til 2013 økte antallet kommuner med eiendomsskatt fra 272 til 330, en økning på 58 kommuner. Over en lengre periode har det vært en økning på omtrent ti kommuner i året. Det har ikke vært kommunevalg siden Fremskrittspartiet kom i regjering. Det er derfor helt naturlig at økningen i antallet kommuner med eiendomsskatt har fortsatt inn i 2014 og 2015. Det ville vært merkelig hvis trenden plutselig skulle endret seg med ny regjering, med tanke på at det er de samme kommunepolitikerne som sitter i dag. torsdag sendte regjeringen et forslag på høring om å unnta arbeidsmaskiner i eiendomsskattegrunnlaget for kommunene. Dette er en del av Sundvolden-erklæringen, og vi har ventet på at det skal gjennomføres. At dette nå sendes ut på høring, er vi svært glad for. Dette er endringer som kan gi skattelettelser for bedrifter som må ses som et håndslag til bedriftene i en utfordrende økonomisk

i skattelette. Det er den veien vi må gå, for det er det som er riktig og rimelig, enten det gjelder lønnstakere eller pensjonister. Det har vært veldig lite trøkk i det som liksom skal hete regjeringens omstillingspakke. Det er fordi det er veldig lite tiltak der. Det ene er at denne skattepolitikken virker ikke. Det andre er at mange ungdommer nå har verken skoleplass eller arbeid, og nå hørte vi jo at kunnskapsministeren mente at studieplass skulle de ikke ha. SV har fremmet forslag om at alle unge uten skoleplass eller arbeid skal få rett til det, at de ikke skal gå ledige. Ikke sånn som regjeringen har foreslått, at det skal være tvangsarbeid for sosialhjelp, men hvor de ikke har lagt inn én krone til å gjennomføre tiltak i kommuneøkonomien. Sånt blir det mer ungdomsledighet av. Den ungdommen får ta smellen for den vanskelige situasjonen på arbeidsmarkedet vi har nå, og det kommer de til å dra med seg. Det er fullt mulig å legge penger på bordet sånn at den ungdommen ikke blir gående ledig, og det gjør SV. Det er behov for en omstillingspakke, særlig på skog. Alt du kan lage av olje, kan du lage av tre. Det er behov for en omstilling både på tradisjonell bruk av tre og på industriell bruk av tre. Det må en langsiktig innsats til, slik at ikke den råvaren nå bare blir eksportert ut og gir arbeidsplasser i andre land. Vi må få del av den. Det foreslår SV. Til slutt: Regjeringen gir til de store og sterke og rike og tar fra de små. De sørger heller ikke for en god distriktspolitikk. For eksempel fikk vår regjering på plass et stort prosjekt for arkivsatsing på Tynset – mange arbeidsplasser, varige, mange arbeidsplasser i oppstartsfasen. Nå har denne regjeringen lagt fram mange budsjett. Prosjektet er ferdig. Det har ikke kommet noen ting nå heller, men spekulasjonene går selvfølgelig på om regjeringen egentlig har tenkt å legge dette prosjektet et annet sted og svikte de løftene som Stortinget har gitt, og som regjeringen har gitt. Jeg forventer at regjeringen nå løser saken, og at arkivsatsingen på Tynset kommer i gang.

med eiendomsskatt i Norge. Fremskrittspartiet og Høyre i Bergen innfører eiendomsskatt fordi det rett og slett er for lite penger. Siv Jensen sier at dette velger kommunene selv og gjør det fordi de har lyst til å gjøre det. Tom E. B. Holthe mente åpenbart at det var en rød-grønn trend som var startet, og som det var vanskelig å få Jeg synes at Fremskrittspartiet skal fortsette å argumentere på den måten og prøve å bortforklare virkeligheten, for jeg tror at folk der ute, som bor i kommunene, som er med og styrer kommunene, og som får velferdstjenester fra kommunene, skjønner bedre. De skjønner at det er dårlige kommuneopplegg som fører til dårligere velferdstjenester, og de skjønner at det er regjeringens dårlige kommuneopplegg og prioriteringen av dem med de største formuene i Norge som gjør at det må innføres eiendomsskatt i deres kommune Men for all del: Fremskrittspartiet må gjerne fortsette å bortforklare på den måten. Det tror jeg skaper en enorm tillit ute i befolkningen.

skriver noe sånt som at jo raskere man innfaser oljepenger i økonomien nå, desto mer må man kutte i framtiden. Det er jo nettopp det som også har vært noe av Arbeiderpartiets kritikk. Når denne regjeringen ved hver eneste korsvei har valgt å bruke mer oljepenger, ser man at det blir vanskeligere å klare å holde holde det løpet fordi vi ser at vi ikke kan ta like mye penger ut av oljefondet som vi har gjort til nå.

ordning for fylkeskommuner og kommuner som får problemer med båt og fergetrafikk på grunn av omleggingene i inntektssystemet for kommunesektoren. Dette må vel være et uttrykk for manglende forståelse for utfordringene i distriktene. Dersom dette er et uttrykk for politisk vilje derimot, bør varsellampene begynne å blinke enda sterkere rundt omkring, for konsekvensene kommer. Vi snakker om dårligere tjenestetilbud, og vi snakker om nedleggelse av fergeruter og båtruter. Avslutningsvis vil jeg enda en gang oppfordre regjeringen til å vurdere de forskjellige regionalpolitiske virkemidlene i en helhetlig sammenheng og redegjøre for historisk utvikling og regjeringens langsiktige planer for videreutvikling av de regionalpolitiske virkemidlene.

i de berørte områdene godt. Regelverket/forordningen ble imidlertid endret av EU sommeren 2013, på Arbeiderpartiets vakt. Det virker som om representanten fra Nordland ikke har fått med seg at det ikke er regjeringen som har endret regelverket, men EU. De nye retningslinjene for regionalstøtte tillater ikke at det gis støtte til bl.a. energi-, transport- og finanssektoren. har imidlertid levert en rekke kompenserende tiltak for å svare på de utfordringene som berørte næringer møtte etter omleggingen. I St. Meld 2 for 2014–2015 vurderes også de ulike kompenserende tiltakene, som f.eks.: «Fribeløpsordninger for alle unntatte sektorer: Fribeløpsordningen innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Tiltaket anses derfor som målrettet.» Når det gjelder kompensasjon gjennom nettolønnsordninger, står det følgende i meldingen: «Tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk kompenserer rederiene med anslagsvis 80 mill. kroner i 2015. Ettersom dette er en direkte kompensasjon for den økte arbeidsgiveravgiften, anses tiltaket som fylkeskommunalt kjøp av transporttjenester, anses tiltaket for å være målrettet. Videre står det i meldingen: «Infrastrukturtiltak i Nord-Norge og statlig kjøp av transporttjenester: Det er lagt opp til kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 mrd. kroner i perioden 2014–2018. I 2015 er det bevilget til sammen 415 mill. kroner til disse formålene.» Så

Selvfølgelig må vi ta innover oss at det kan komme utfordringer også hos oss, men da er de tiltakene som regjeringen viser når det gjelder strukturtiltak, viktige. Det er bygget mye vei i Nordland og Nord-Norge, og enda mer bygges. Det er bra for næringslivet.

For unge som går langtidsledige, er det lett å miste selvtilliten og troen på framtiden. Sett både i et individuelt perspektiv og i et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette bekymringsfullt. Vi vet at det å gå arbeidsledig er personlig belastende, og det har vist seg i andre land at når ungdom faller ut, er veien tilbake veldig lang. Når det i tillegg er reell fare for at denne arbeidsledigheten biter seg fast, vil det ikke i noen situasjoner lønne seg å være passiv. Det er særlig alvorlig at regjeringen i lang tid har blitt advart om akkurat dette, uten å ha tatt advarslene på alvor. Det er for meg oppsiktsvekkende at dette ikke har utløst verken engasjement eller handlekraft fra regjeringens side, og at de få grep som er tatt, har vært skattekutt basert på ideologiske grunner og langt på vei hatt motsatt effekt enn hva arbeidsmarkedet trenger.

Vi må ha tiltak for arbeidsmarkedet, vi må opprette flere tiltaksplasser, og vi må gi ungdom tydelig prioritet hos Nav. Vi må styrke innsatsen ved å opprette egne stillinger til kontaktpersoner med tettere oppfølging av ungdom ved de største Nav-kontorene. Vi må også gjøre det lettere å få støtte til bedriftsintern opplæring, sikre mer fleksibelt dagpengeregelverk og sikre at enda flere med nedsatt arbeidsevne fullfører videregående opplæring. Dette er bare deler av Arbeiderpartiets tiltakspakke mot økende ungdomsledighet. Uheldigvis kommer et stortingsflertall til å stemme imot dette. I Arbeiderpartiet ser vi at man trenger mer enn ideologiske skattekutt for å opprettholde sysselsettingen framover, men det ser dessverre ut til at regjeringens læringskurve peker i samme

representant etter representant. En holder innlegg der en sier en er enige om den alvorlige situasjonen, en synes det er alvorlig for folk som mister jobben, men hittil er det ingen representanter fra regjeringspartiene som har klart å vise til noen konkrete tiltak om hvordan en følger opp. Representanten Nordby Lunde har tydeligvis ikke lest Arbeiderpartiets forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der ligger det konkrete nye tiltak, som hun etterlyser, og sånn sett kan stemme for, men som Høyre ender opp med å stemme mot. En snakker om våre åtte glansår i regjering. Jeg skal være enig med Nordby Lunde i at det var fine år, men en glemmer – tross alt – at det var finanskrise i denne perioden, og tross dette klarte vår regjering å skape over 350 000 nye arbeidsplasser, to tredjedeler Sammen med representanten Heggelund snakker Nordby Lunde om vekst av arbeidsplasser, hvor viktig det er, og glemmer at nå, på egen vakt, så er veksten i arbeidsplasser oppspist og nesten vekk, etter kun to år med blå-blå regjering. Om det er en idétørke som er grunnen til at det ikke kommer nye tiltak fra regjeringa i deres budsjett, skal jeg gladelig låne vekk et skrivebord på Youngstorget til Heggelund og Nordby Lunde sånn at de kan komme til oss og lære noen nye ideer om noen konkrete forslag. For jeg gjentar at det er et alvorlig svar til de over 100 000 arbeidsledige i Norge at landets regjering nå sitter helt stille og ikke møter dem med noen konkrete tiltak. Først noen kommentarer til de mange i salen som er

og ikke får pengene og endene til å strekke til eller til å møtes? Det er kanskje en bedre analyse. Hvilke utgiftsposter er det kommunene har? Det kunne vært interessant å se. Jeg vet iallfall hvor Oslo har sine største utgifter. Så til representanten Kolberg, som med den sedvanlige dramatiske mine og ordelag belærer salen om hvordan man skal oppføre seg. Jeg skal ikke nevne hva representanten Kolberg sa til meg en arbeiderpartirepresentant som hadde sagt det jeg hadde sagt, men det får han eventuelt snakke med mediene om senere. Men det som er standard for Kolberg, er at han aldri snakker sak. Han snakker aldri sak, han er bare opptatt av spillet, spillet er det viktigste for Kolberg. Kolberg. Da er det selvfølgelig veldig alvorlig for Kolberg, det er dramatisk, det er et spill han aldri tidligere har opplevd, han har aldri tidligere sett det, og det er dramatisk, osv. Det er liksom Kolbergs mantra. Vel, så er spørsmålet: Er det brudd på avtalen? Ja, det er brudd på avtalen. Jeg har avtalen her, den kan alle lese, ifølge side 23 er det brudd på avtalen. Det står der at de fire partiene skal bli enige om eventuelle endringer, ikke om Jonas Gahr Støre. Det står ingenting om Jonas Gahr Støre, faktisk, i denne avtalen. Så det er et brudd på avtalen. Og da er spørsmålet: Er alvorlighetsgraden av bruddet stor nok til at man skal reagere? Det er spørsmålet. Det er ingen tvil om at det er et brudd. Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre har brutt denne avtalen, så spørsmålet er om alvorlighetsgraden er så stor. Man kunne tenkt seg en situasjon hvor Jonas Gahr Støre inviterte til å øke formuesskatten bare lite grann, og Fremskrittspartiet satte seg ned og presenterte det som en flertallsløsning for sin regjeringspartner. Det ville ikke blitt tatt veldig lystig opp, og derfor tar vi heller ikke veldig lystig opp dette som er presentert av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. At Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne er med på dette – og Senterpartiet, for så vidt – er veldig forståelig, men at vår regjeringspartner gjør det, er ikke hyggelig. Det blir en skrape i lakken for Høyre, og det er klart det er problematisk for vår stortingsgruppe når dette skjer.

og det var derfor jeg bemerket at jeg synes det var rart at verken statsministeren, som da var til stede i salen, eller finansminister Siv Jensen, som har vært til stede her i hele dag, kommenterer Tybring-Gjeddes innlegg. Betyr dette – og dette er det viktig at Stortinget får vite – at man mener at denne regjeringsavtalen er brutt, eller mener man det ikke? Uttaler Tybring-Gjedde seg autorisert, eller gjør han det ikke? Det mener jeg at Stortinget har krav på å få vite. Ettersom ingen av de autoriserte representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet velger å ta ordet, blir det selvfølgelig meget uklart for oss hva som er situasjonen. Til Leirstein vil jeg si at vi jo er helt klar over at Fremskrittspartiet har en annen politikk. Vi vet det. Det har blitt helt klart. klart. Jeg hørte veldig tydelig på hva Tybring-Gjedde også sa i sin begrunnelse for det. Jeg valgte i det første innlegget mitt ikke å kommentere innholdet i det, og jeg avstår nå også. For jeg har ikke lyst til å gå inn i de faktiske argumentene, og særlig ikke i formen. Jeg synes det var ganske mange som egentlig burde tatt ansvaret for å gå inn i formen til det Tybring-Gjedde sa. Jeg fikk i alle fall ingen god følelse, og jeg tror ikke det Jeg fikk i alle fall ingen god følelse, og jeg tror ikke det er så mange andre her i Stortinget heller som fikk det, for å si det på den måten. Så gjenstår det bare å si at ettersom det tilsynelatende ikke er slik at noen flere vil kommentere det Tybring-Gjedde også har sagt i sitt siste innlegg, må vi velge mellom at det Fremskrittspartiet mener, er at Høyre har brutt regjeringsavtalen, eller at han rett og slett ikke blir tatt høytidelig, slik at det ikke er autorisert. Til slutt vil jeg si at han henviste til en samtale vi hadde i tunnelen, der han, Tybring-Gjedde, sier at han ikke vil fortelle hva jeg sa. Jeg skal si hva jeg sa ettersom han ikke vil det. Jeg sa: «Hadde noen i Arbeiderpartiet oppført seg på den måten, hadde de blitt tatt av plakaten.» Det burde flere tenke på, synes jeg.

hvert fall de som stemte Fremskrittspartiet før valget, var Fremskrittspartiets hovedsak. Derfor er det så forunderlig at Fremskrittspartiet sitter så stille, sitter så rolig, og ser på den skattesvikten vi hadde i fjor på 2,7 mrd. kr, og den skattesvikten vi er i ferd med å få i år, som, hvis en framskriver SSB sine tall, er på 2,8 mrd. kr – altså en skattesvikt på 5,5 mrd. kr på to år. Og så kan man sitte her i Stortinget og tro at det ikke har noen konsekvens. Men selvfølgelig har det en konsekvens. Den ene konsekvensen er at vi aldri har hatt så mye eiendomsskatt som vi har i Norge nå. Mange kommuner ser at budsjettene ikke går i hop, og de vil ikke gjennomføre så store kutt i eldreomsorgen som de blir nødt til hvis de ikke øker eiendomsskatten. Derfor er det et historisk høyt nivå på eiendomsskatt på vanlige folks hus nå. Når Tybring-Gjedde, Siv Jensen og Fremskrittspartiet sitter og styrer landet vårt, øker eiendomsskatten i rekordfart. Så det er den ene konsekvensen. Den andre konsekvensen er at mange kommuner nå må kutte litt på kvaliteten i eldreomsorgen – litt her, litt der – for å få budsjettene til å gå i hop. Når det da er kommet nye tall fra SSB denne uken, som viser at skattesvikten er større enn det regjeringen trodde, er det rart at Fremskrittspartiet, som prøver å late som om de er opptatt av eldre, ikke nevner det med ett ord, ikke bekymrer seg i det hele tatt. Men på den andre siden skryter Fremskrittspartiet voldsomt av at det er satt av 20 mill. kr til et statlig forsøk – 20 mill. kr, det er ingenting. En liten norsk kommune har et eldrebudsjett på rundt 100 mill. kr. Men allikevel er det den store seieren til Fremskrittspartiet at en har fått til 20 mill. kr. Jeg skjønner ikke at dere tør å si det høyt engang – når det har så lite gjennomslagskraft – når vi ser den situasjonen vi har i norske kommuner nå. Så derfor vil den debatten om kommuneøkonomi handle om hvorvidt vi vil ha en verdig pleie og omsorg, eller ikke. Det vil vi i Senterpartiet. Derfor har vi lagt inn mer penger til kommunene i revidert nasjonalbudsjett. Derfor la vi inn mer penger før jul, og derfor er vi så kritiske til den rekordøkningen vi også ser i eiendomsskatt. Norske kommuner bør ikke tvinges til å innføre eiendomsskatt i det rekordtempoet som de nå gjør. Det er

Jeg må si at vi skal vise integritet for de forhandlingene som er ført, men jeg har lyst til å si – og det er egentlig ikke min oppgave å oppklare om det er brudd på den avtalen, altså mellom de fire, for den har ikke jeg inngått – at da Fremskrittspartiets parlamentariske leder orienterte oss andre om at han ville fratre forhandlingene, gjorde han det på en meget ryddig måte. Det ble forstått som at dette ikke var en avtale som Fremskrittspartiet kunne gå med på. Det var greit nok. Han sa da ingen ting om at det var et brudd på avtalen at de seks andre fortsatte å forhandle, og han ga et inntrykk av at Fremskrittspartiet ville forholde seg til den avtalen. Så det vi egentlig da må begynne å forholde oss til, er ikke bare en spalting av Fremskrittspartiet, men det er en trespalting. Og da begynner det å bli komplisert i fysikken. Er det Fremskrittspartiet i regjering som snakker? Er det Fremskrittspartiets stortingsgruppe ved en parlamentarisk leder som er fraværende fra denne debatten, som snakker? Eller er det de som har tatt ordet for Fremskrittspartiet her i dag, og som fremmer forslag om folkeavstemning, mot regjeringen? De ørepluggene jeg fikk av Fremskrittspartiet på veien inn, slik at folk skulle putte dem i øret så de slapp å høre på meg, ga jeg videre til finansministeren. Hun hadde ikke fått dem. Jeg vet ikke om hun har brukt dem, eller om hun har fulgt debatten. Men regjeringens medlemmer har talerett her i denne debatten. Derfor stiller jeg følgende spørsmål til finansministeren: Hvis dette vedtaket går gjennom i Stortinget, fremmet av de seks parlamentariske lederne, vil Fremskrittspartiets regjeringsmedlemmer forholde seg til dem, basert på flertallet i Stortinget? Eller er det grunn til å stille spørsmål ved det, i lys av den veldige uklarheten vi har om hva Fremskrittspartiet som parti og stortingsgruppe mener? Først til spørsmålet om Syria-flyktninger. Fra Kristelig Folkepartis side er

hva vi skulle gjøre i Norge, og også når det gjelder spørsmålet om båtflyktningene i Middelhavet og de utfordringene vi har sett i den sammenheng. Vi gikk inn i de forhandlingene med det for øye å få til et så bredt flertall som mulig basert på at alle partier har litt ulike utgangspunkt. Vi er veldig tilfreds med den avtalen og den brede enigheten som er et resultat av den invitasjonen som statsministeren kom med på vegne av regjeringen. I replikkordskiftet med finansministeren før i dag ville ikke finansministeren svare på om hun anså dette som et brudd på samarbeidsavtalen. For så vidt er samarbeidsavtalen som sådan ikke et tema for denne sal, men selvfølgelig er den jo det indirekte i denne saken. Det hun sa, og det er det vi forholder oss til, er at regjeringen forholder seg til de vedtak som fattes i denne sal. Det tar jeg som en bekreftelse på at dette blir fulgt opp, og lojalt fulgt opp, i tråd med det som er Stortingets vedtak. Jeg har ikke behov for å polemisere ytterligere om hvem som har brutt eller ikke brutt avtalen, men jeg konstaterer at først og fremst er det en utfordring, for ikke å si et problem, for de to partier som utgjør

vil bli fulgt opp av finansministeren selv og av Fremskrittspartiets medlemmer i regjering, eller deler de også det standpunktet som representanten Tybring-Gjedde har gitt uttrykk for her i salen, at avtalen er brutt? Er avtalen brutt? Kan man da velge å la være å følge opp? Og ingen nedvurdering av Hans Olav Syversen, men jeg synes også det er spesielt at Og ingen nedvurdering av Hans Olav Syversen, men jeg synes også det er spesielt at det er han som på vegne av regjeringen indirekte må bekrefte hva Stortinget kan anta vil være Fremskrittspartiets holdning, og hva Fremskrittspartiet kommer til å gjøre i regjering. Det er litt rart når finansministeren sitter her og har sittet her siden

om Syria. Så jeg håper – jeg ser at Siv Jensen nå har tegnet seg – at vi kan få det svaret som jeg synes Stortinget fortjener. Det er de utfordringene vi står overfor gjennom den omstillingsutfordringen vi nå har. Jeg understreket tydelig i mitt innlegg at for å møte det er det viktig å ha en økonomisk politikk som svarer på de forventningene, og det har jeg sagt på vegne av regjeringen at Så til de spørsmålene som har vært stilt på tampen av debatten. Jeg svarte i grunnen på dem under replikkordskiftet tidligere i dag. Jeg svarte punkt 1, at regjeringen følger opp de vedtak Stortinget fatter, og jeg svarte punkt 2, at er det eventuelle spørsmål knyttet til en samarbeidsavtale inngått mellom ulike partier, hører ikke det hjemme i Stortinget, det hører hjemme mellom de fire partiene. Er det uenigheter, og oppstår det uklarheter, tar vi det mellom de fire partiene og ikke i stortingssalen.

Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem i alt 42 forslag. Det er forslag nr. 1, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 2, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 3–15, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 40, fra Hans Olav Syversen på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 41 og 42, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne. Presidenten vil først ta opp forslag nr. 40, fra representanten Hans Olav Syversen på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Et lignende forslag ble votert over i Stortinget mandag. Presidenten har grunn til å anta at Stortinget likevel vil ta opp forslaget til votering, og vil derfor i medhold av Stortingets forretningsordens § 79 foreslå at forslaget tas opp til behandling. – Det anses vedtatt. Det voteres over forslag nr. 40, fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre

Venstreparti. Forslaget lyder: «I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endring: Kap.PostFormålKroner1610Toll- og avgiftsetaten1Driftsutgifter, reduseres med1 200 000fra kr 1 542 392 000 til kr 1 541 192 000» Da går vi til innstillingens forslag til vedtak, og når vi nå skal votere over den, er partigruppene innstilt på å avstå fra å følge opp sine primærstandpunkter, sånn at vi slipper en oppsplittet og til dels komplisert votering. Det er under den klare forutsetning at det ikke blir brukt mot dem ved en senere anledning. Vi voterer da samlet over innstillingens forslag

Representantforslaget lyder: Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot. Det voteres over følgende forslag: «Dokument 8:135 S – representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson om økt norsk innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene – vedlegges protokollen.» Det

«I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott 19. juni 2015 kl. 1100 er bestemt: Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen gis avskjed i nåde fra sitt embete. Statssekretær ved Statsministerens kontor Tore Vamraak gis avskjed i nåde fra sitt embete og utnevnes til statssekretær for Director Torkild Solli Haukaas utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans J. Røsjorde gis avskjed i nåde fra sitt embete. Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter utnevnes til statssekretær for Statssekretær i Utenriksdepartementet Ingvild Næss Stub gis avskjed i nåde fra sitt embete og utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer. Vice president Elsbeth Tronstad utnevnes til statssekretær for statsråd Vidar Helgesen fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.» Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt. Første vararepresentant for Hordaland fylke, Laila Marie Reiertsen, tar sete som representant for den tid stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter er statssekretær. Før møtet heves vil presidenten gjøre representantene oppmerksom på at Stortingets forhandlinger vil bli gjenopptatt onsdag den 30. september kl. 13. 13. Da dette er det siste ordinære stortingsmøtet før ferien, vil presidenten før møtet heves, benytte anledningen til å takke medrepresentanter, medlemmer av regjeringen, Stortingets personale, presselosjen og alle som har bidratt til Stortingets virke, for et godt samarbeid og ønske dere alle en riktig god Ber noen om ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.